Det er riktig. Vi er for mange i salen, så da tar

se

vi

Det voteres alternativt mellom dette forslaget og komiteens innstilling. Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget. Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende I sakene nr. 6–8 foreligger det ikke noe voteringstema. Sak nr. 9 er andre gangs behandling av lovsak og gjelder lovvedtak 9. Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse